lever fortsatt. Kor store sjukehus skal vi ha i Noreg? Statsråden har i spørjetimen sagt at han ikkje ser problemet med store sjukehus. Problemet er at dei ikkje er store nok. Eg er ueinig. Målet må vera å få effektive sjukehus, nok totalkapasitet, men ikkje først og fremst størst moglege sjukehus. I Oppland og Hedmark vert det no likevel – utan særlege motførestillingar – planlagt eit nybygg av storsjukehus til ein verdi av 8 mrd. kr med nedslagsfelt større enn Danmark sitt areal, som kan kome til å erstatta opp mot seks andre lokalsjukehus. Dette skjer utan at Stortinget har tatt stilling til eller debattert prinsippet om det er sjukehusfusjonar og storsjukehus som er framtida i den norske spesialisthelsetenesta.

Jeg vil takke interpellanten for det konstruktive perspektivet han har i denne debatten, og også statsråden for å tenke framover. Takk også til representanten Marianne Aasen for ærlig selvkritikk, men også for konstruktive innspill om framtida. Vi hadde en interpellasjonsdebatt her om ytringsfrihet forleden dag, og ledelse var et viktig tema også i den debatten. Det tror jeg det er viktig at vi tar med oss videre når vi diskuterer omstillinger i det offentlige. Det er ikke tvil om at det er noen utfordringer på kort sikt når det gjelder kapasiteten ved Oslo universitetssykehus. Jeg har tidligere nevnt billeddiagnostikk og radiologi – som flere har vært inne på her i dag – og postoperativ. Når det gjelder billeddiagnostikken, henger det sammen med logistikk og IKT. for de innlagte pasientene er det viktig, for de kan jo ikke henvises til en privat aktør. Det ser ut til å være en stor utfordring ved Oslo universitetssykehus i dag, der det faktisk er opp til pasienten å finne ledig kapasitet ute blant private aktører. Når man faktisk utfordring for den enkelte. Når det gjelder kompetanse, var statsråden innom intensivsykepleierkapasiteten, og også det er jo en formidabel utfordring. Noen pasienter har faktisk fått avlyst operasjonen inntil tre ganger. Man har vært gjennom hele behandlingsløpet, man har vært gjennom faste, og så blir altså operasjonen avlyst samme morgen. Det er en veldig krevende situasjon å sette de ansatte og ikke minst pasienten i. Så her er det store utfordringer som vi er nødt til å få løst på kort sikt. Flere har også vært innom bygningsmessige utfordringer, og det er klart at det ligger et potensial i å utnytte eksisterende bygningsmasse på kort sikt. På lengre sikt er vi nødt til å se på andre løsninger enn å utnytte gammeldags bygningsmasse til framtidig sykehusbehandling. Så snakker vi også om lengre åpningstider og endrede turnuser. Det er noe å ta tak i der også når det gjelder å utnytte kapasiteten, særlig i det offentlige. På lengre sikt vil jeg nok reise debatten om Rikshospitalet spesielt. har i hovedsak nasjonale tjenester og skal dekke hele Norge. Da synes jeg at vi ved en slik anledning skal ta oss friheten – inne i debatten om nasjonal sykehusplan – å tenke litt ytterligere nordisk samarbeid. Kan vi etablere ikke nødvendigvis et nordisk helseforetak, men et nasjonalt sykehus som har et fokus like mye utenfor Norge som i Norge, som kan tenke stort sammen med de andre nordiske landene for å ta unna de store investeringene og de store spesialiseringene som vi ser vil komme i framtidas helsevesen. Dette gjelder også i debatten om organisering som vi skal ha, og da er spørsmålet om Helse Sør-Øst er noe av det vi er nødt til å rokke ved – om det er en riktig organisering og en riktig størrelse på et regionalt helseforetak. regionalt helseforetak. Kanskje skal vi ikke ha de regionale helseforetakene i det hele tatt? Og hva skal vi erstatte dem med? Representanten Kjersti Toppe var innom debatten som går i Hedmark og Oppland. Jeg vil presisere at det er en viss motstand mot det, og særlig fra Oppland-siden, som står i fare for å miste begge sine sykehus, kanskje til fordel for et nytt på Hedmark-siden. I så fall vil det bli det eneste fylket i Norge i dag som ikke har et sykehus, en noe spesiell organisering. Nå er det ikke sikkert at fylkene er helt riktige, heller – det er en annen debatt. Vi står framfor noen store utfordringer her. En møysommelig debatt er også lokalsykehusene, som i dag er i ferd med å miste funksjoner og mange vil ha nye funksjoner, samtidig som det bygges opp lokalmedisinske sentre med tilsvarende innhold og kapasitet, som ikke har betegnelsen lokalsykehus. Så vi står foran mange spennende utfordringer, særlig i hovedstadsområdet fordi befolkningsveksten er så formidabel, mens i mange lokalsykehusområder står vi overfor en helt motsatt utfordring som også skal følge oss videre. Representanten Bøhler tar opp et viktig spørsmål. Det er befolkningsveksten er så formidabel, mens i mange lokalsykehusområder står vi overfor en helt motsatt utfordring som også skal følge oss videre. Representanten Bøhler tar opp et viktig spørsmål. Det er ingen tvil om at Ahus og Oslo universitetssykehus står overfor store utfordringer. Forhold som interpellanten tar opp, har pågått over tid. Oslo universitetssykehus ved at de tidligere helseforetakene Aker, Ullevål og Rikshospitalet ble slått sammen. I denne prosessen skulle også Vestre Viken og Ahus ta flere pasienter. Det er et tankekors at denne omstillingsprosessen har fått så krass kritikk av fylkeslege og helsetilsyn og har skapt så mye uro. Hensikten var en og samordning, og ikke minst økning av kvalitet i pasientbehandlingen. Universitetssykehusene er spydspissene i forskning og kvalitetsutvikling. Riksrevisjonen påpekte tidlig at planleggingen av fusjonen av sykehusene var mangelfull, noe som har vært påpekt her salen. Eierne tok ikke nok hensyn til utfordringene ved bygningsmassen, ulike IKT-løsninger, at enkelte omstillinger var avhengig av at andre var utført, og ikke minst de økonomiske rammene, noe andre helseforetak har påpekt. Den siste rapporten fra Riksrevisjonen viser store utfordringer i forhold til sviktende IKT-integrasjoner og uro i arbeidsmiljøet. Det er flaskehalser på operasjonsstuer og kapasitetsproblemer. Jeg er svært glad for at helseministeren nå redegjør for at det gjøres grep på både kort og lang sikt for å bedre situasjonen, som eksempel etablering av observasjonsenhet ved Ahus, innføring av for å bedre operasjonskapasiteten, utbygging av flere operasjonsstuer, og også bruk av Diakonhjemmet sykehus og Aker sykehus som avlastning. Det gir tillit til befolkningen at det nå gjøres tiltak for å rette opp forholdene, og ikke minst at SINTEF nå kartlegger kapasitetsbehovet mot 2030–2040. Det er viktig at vi lærer av de feil som er gjort i denne omstillingsprosessen. Min erfaring som medlem i ulike styrer i helseforetak er at det må være tydelig eierstyring og tydelig eierskap i omstillingsprosesser. Ledelse av komplekse kunnskapsorganisasjoner er krevende og vanskelig og kanskje underkjent. Det er også viktig å ha ansatte og brukerorganisasjonene med i endringsprosesser, kanskje har det også vært underkjent. underkjent. Det er viktig å lytte til ansatte som varsler om sviktende kvalitet og kritikkverdige forhold. Det er et ledelsesansvar å skape kultur for åpenhet og tillit, og gi rom for kvalitetsforbedringer. Det er et eieransvar å skaffe oversikt over behov, utrede kapasitet og ha en hensiktsmessig En nasjonal plan for sykehusene ønskes derfor velkommen og burde vært tidligere i Stortinget. Jeg vil begynne med å gi ros til representanten

har fulgt omorganiseringen og tatt det opp både i interpellasjoner og i annen sammenheng, men dessverre møtt flere tidligere helseministre som har oppfattet det slik at det å fremføre de bekymringene og den kritikken, har vært et angrep på systemet, ja, til og med noe så hellig som et angrep på Arbeiderpartiets helsepolitikk. Jeg må innrømme at da jeg så dagsordenen for noen dager siden, og så at Bøhler, som nå tilhører opposisjonen, hadde fremmet en interpellasjon, tenkte jeg slik man kan gjøre i en del andre saker for tiden: Kan man ikke gi den nye helseministeren litt tid før man begynner med angrepene? Men hvis man leser interpellasjonen, inneholder den en sterk selvkritikk mot Arbeiderpartiets helsepolitikk når man konstaterer: «Det er pr. i dag ingen avklart plan for hvordan OUS og Ahus skal møte det raskt økende kapasitetsbehovet framover.» Grunnen til at den planen ikke finnes, er selvfølgelig at de som er ansvarlige for at slike planer utarbeides, ikke har sørget for at det skjer. Derfor var det også med sterk tilfredsstillelse å høre den nye

Jeg vil få lov til å minne om at en del har det vært politisk uenighet om, hvor det nå etter hvert kan være en annen holdning. Riksrevisjonen har presentert rapporter for Stortinget som sier at ordningen med fritt sykehusvalg er en meget fornuftig ordning. Den har overtruffet forventningene. Og noe av det dette frie sykehusvalget førte til i første omgang, som ble kjempet gjennom mot tidligere helseministeres vilje, var en forbedret ressursutnyttelse. Det at den nye regjeringen også legger vekt på mer umiddelbar valgfrihet og valg for pasientene, pasientene, er i seg selv et bidrag til å kunne utlikne etterspørselen mellom sykehusene, og utnytte den samlede sykehuskapasitet i Norge på en bedre måte, slik at man ikke nødvendigvis behøver å stirre seg blind på en planøkonomisk tilnærming, hvor et sykehus er tilordnet ansvaret for befolkningen i et spesielt område, nettopp fordi det da ikke har valgfriheten til å ønske seg andre løsninger. Det er det ene poenget, samtidig med at man må sørge for en oppbygging av kapasiteten i Oslo-området i samsvar med de reelle behov, slik det utvikler seg ved tilflytting til byen. Det andre poenget, som vi også nå forhåpentligvis kan se blir en endret politikk, er villigheten til å ta i bruk kapasitet som stilles til disposisjon i de ikke-statlige sykehusene. Det gir også totalt sett en bedre utnyttelse av ressursene, og det forutsetter – og det var også noe av det som Riksrevisjonen påpekte i sin tid – at selv om en del av disse pasientrettighetene var innført på papiret, viste systemet veldig liten interesse for å markedsføre det frivillige sykehusvalget, og gjøre det til en realitet. Nå skjønner jeg at det ligger i den nye regjeringens politikk nettopp å sørge for at ressursene i Helse-Norge blir brukt best mulig, der de er statlige, men at man samtidig ikke har allergi mot å slippe til den kapasiteten som kommer fra ikke-statlige sykehus. For øvrig vil jeg avslutte med å si at jeg i mange sammenhenger er enig i at fusjonsromantikken har gått for langt, og jeg kan stille meg bak mye av det som Kjersti Toppe sa i sitt innlegg. Jeg vil takke for en positiv og god debatt, som jeg fikk mye ut av å høre på.

greid å unngå å være. Jeg har noen kommentarer. Jeg rekker jo ikke å kommentere alt, men takker for mange positive bemerkninger. Det Marianne Aasen nevnte om at hovedstadsprosessen ikke har vært godt nok planlagt, tror jeg er viktig, og det har jeg sett at flere av direktørene som har gått av på rekke og rad på forskjellige nivåer innenfor Helse Sør-Øst, Oslo universitetssykehus og Ahus, også etter hvert har sagt. Særlig den sammenvevingen av lokalsykehusfunksjonen som er i

Men rett før det styremøtet som skulle ta beslutningene i Helse Sør-Øst, la man, helt seriøst noen dager før, fram dette med å samle det i et storbysykehus, altså veve sammen lokalsykehusfunksjoner og de andre. Jeg tror det var noe av det som var planlagt for dårlig og vil jeg si til det Kjønaas Kjos var inne på, at da Aker skulle legges ned, sto vi i Arbeiderpartiet i stedet for å bygge opp Aker som det som er kalt samhandlingsarena, med en del aktiviteter også ved Oslo universitetssykehus, som er beholdt der til nå.

som representanten Toppe var inne på om den nye sykehusgiganten, føler jeg meg misforstått, rett og slett. For jeg stilte kritiske spørsmål – jeg sa at faren kan være at man er for opphengt i en visjon om 30–40 år, som koster 35–40 mrd. kr, og som jeg tror at regjering, storting og også Helse Sør-Øst vil sette mange spørsmålstegn ved. ved. Det står mange andre prosjekter i kø, så jeg advarte jo mot at de nå binder seg til den tankegangen – og at de bl.a. derfor har mange pigger ute når det gjelder å fase inn bruk av Aker igjen, fordi Aker ikke er med i den visjonen om 30 år. Så er jeg – når helseministeren er, og den forrige helseministeren var, så åpen på ny bruk av Aker – redd for at det ligger en motstand i systemet, særlig i Oslo universitetssykehus, som det er viktig å følge opp

denne sammenslåingen var for dårlig planlagt. En glemmer veldig ofte at dette ikke bare var en sammenslåing av flere sykehus, det var også en utskillelse av veldig mange pasienter til et helt nytt sykehus. Det som også skiller denne prosessen fra veldig mange andre prosesser som er gjennomført, og gjør dette ekstremt komplisert, er at den var for dårlig planlagt. Jeg mener at en nå har gjort mange viktige grep for å håndtere kapasitetsutfordringen for vinteren 2014. Det betyr ikke at problemene er løst heller for det året vi er inne i. De som jobber på Ahus og på Oslo universitetssykehus, jobber fortsatt på to sykehus som er under veldig press, hvor det kommer til å være korridorpasienter, og der det kommer til å være perioder med veldig hardt arbeidspress. Så vi må ikke tro at problemene nå at problemene nå er løst. Men en er bedre rustet for det året en står foran nå, enn det en var i 2013. Så mener jeg at det er satt i gang et veldig viktig arbeid for å finne et godt grunnlag for å gjøre riktige beslutninger når det gjelder kapasitetsutfordringene på mellomlang sikt også. Jeg er helt enig med interpellanten – vi kan ikke bare ha blikket rettet mot en visjon der framme, for vi er nødt til å løse kapasitetsutfordringene på hovedstadsområdet før den eventuelle visjonen, hva nå den vil måtte inneholde, vil være klar. Det er også viktig at alle de rapportene som nå kommer, enten det er fra Riksrevisjonen eller interne undersøkelser, faktisk brukes internt i sykehusene for å få en felles virkelighetsoppfatning av situasjonen mellom de ansatte og ledelsen, og at en også jobber videre for å få enda bedre på plass stedlig ledelse i Oslo universitetssykehus. så er det andre deler der jeg mener at det er grunn til å si at Riksrevisjonen ikke nødvendigvis bommer, men at en må tenke gjennom hva det ville betydd hvis en hadde oppnådd det Riksrevisjonen stiller spørsmål om. Riksrevisjonen sier f.eks. at en nå har fått et godt grunnlag for mye av det som vi skulle ha ut av fusjonen av Oslo universitetssykehus, men vi har ikke oppnådd hele gevinsten av det. Nei, en av årsakene til det er jo nettopp at de bygningsmessige forholdene og de IKT-messige forholdene ikke legger til rette for det. Det å kreve resultater uten at forholdene legger til rette for det, ville fort gått ut over både pasientsikkerhet og forholdene for de ansatte. Det er jeg glad for at ledelsen ikke har presset gjennom. Da er sak nr. 6 ferdigbehandlet.

Det er

Presidenten vil be om litt tålmodighet. Vi har fått nye beskjeder om stemmegivning som må legges inn i datamaskinen. Det vil ta noen minutter.

Da tror presidenten at vi er klare for votering, og at også datasystemet har fått inn den helt nye beskjeden fra Arbeiderpartiet, Senterpartiet og SV om voteringen i sak nr. 1. Under debatten har Else-May Botten satt fram ett forslag, forslag nr. 1, på vegne av Arbeiderpartiet

Dermed er dagens kart ferdigbehandlet. Forlanger noen ordet før møtet heves? – Møtet er hevet.